satser sterkt på videreutvikling og på ungdommen i området, og som også har satset sterkt på kompetansebygging. Derfor er det særdeles viktig at man får på plass en varig løsning. Reindriftspolitikk er en avveining mellom tre områder: dyrehelse, næringsgrunnlag og økologisk bærekraft. Det er utfordringer med reindriften på alle disse tre områdene. Kristelig Folkeparti mener at reindriften kan gi god utnyttelse av ressurser i marginale fjell- og utmarksområder, og at reindriften er en sentral bærer av samisk kultur. Kristelig Folkeparti mener videre at tiltakene i reindriftspolitikken må innrettes slik at næringen blir bærekraftig både i økologisk, økonomisk og kulturell forstand. Utfordringene i næringen er store, og for å finne gode løsninger er det avgjørende med god dialog mellom myndigheter og næring. Kristelig Folkeparti mener at avtalen tar hensyn til de tre pilarene som reindriften i Norge er tuftet på: økonomisk, økologisk og kulturell bærekraft. Samtidig er det nettopp når det gjelder disse bærekraftpilarene, at vi ser de største utfordringene. Det er fremdeles et for stort beitetrykk på beitearealene i deler av Finnmark, Troms og Nordland. Det skyldes i hovedsak en for dårlig regulering av beitedyr i forhold til beiteareal. Når en ser reindriftsavtalen og endringene i reindriftsloven under ett, blir det nå lagt klart til rette for økt uttak av rein. Det mener Kristelig Folkeparti er nødvendig, både for miljøet og for næringens bærekraft. Når det gjelder tap av rein, kommer det fram i proposisjonen at det årlig blir rapportert tap av omtrent 75 000 reinsdyr. Av dem blir Det står videre at det dokumenterte antallet rein tatt av rovdyr kun utgjør 5 pst. av det totale antallet tapte dyr. Det blir gitt erstatning for omtrent 19 500 reinsdyr, noe som tilsvarer 26 pst. av totalen. Det må bety at det blir gitt erstatning for over fem ganger flere dyr enn det som er dokumentert tatt av rovdyr. Altså blir 80 pst. av erstatningene utbetalt uten er en utfordring, særlig da det kan skade legitimiteten til erstatningsordningen. Det er behov for en grundig gjennomgang av reindriftsnæringen når det gjelder utviklingstrekk og tiltak for å bedre økonomi og økologisk bærekraft. Målet må være å sikre reindriften en trygg framtid som en hjørnestein for samisk kultur og identitet. Reindriftspolitikk var en del av landbruksmeldingen, men det er etter vår mening ikke nok. Det er over 20 år siden Stortinget behandlet en egen stortingsmelding om reindrift. Kristelig Folkeparti mener at det nå må utarbeides en ny reindriftsmelding på bakgrunn av de store endringene som har skjedd i reindriften i denne perioden. Det gjelder på det økologiske plan med arealinngrep, tap av beiteland, dyrehelse, rovdyrtap og klimaendringer. Det gjelder på det rettslige plan med økt fokus på sedvanerett, ny reindriftslov og endringene i den, og ikke minst ny reinbeitekonvensjon. Jeg viser her til forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti. Det gjelder også på det økonomiske plan med omlegging av tilskudds- og erstatningsordninger. Kristelig Folkeparti er bekymret over at arbeidet med å redusere reintallet i de mest utsatte områdene i Finnmark tar lang tid. Vi er opptatt av at dette viktige arbeidet blir fulgt opp, slik at en sikrer en mest mulig bærekraftig reindrift. Vi merker oss at Riksrevisjonen i Dokument 3:14 for 2011–2012 retter klar kritikk mot Landbruks- og matdepartementet. Riksrevisjonen uttaler bl.a.: «I henhold til reindriftsloven skal det utarbeides bruksregler med øvre reintall. Bruksregler er en forutsetning for at bestemmelser om øvre reintall Bruksregler er en forutsetning for at bestemmelser om øvre reintall og beitebruk kan følges opp. Landbruks- og matdepartementet har i for liten grad lagt til rette for at bruksreglene er blitt utarbeidet i tråd med reindriftsloven.» Og videre: «For å få til reintallsreduksjon skal det utarbeides reduksjonsplaner. Undersøkelsen viser at verken Landbruks- og matdepartementet, Reindriftsstyret eller Statens reindriftsforvaltning har utarbeidet planer eller strategier for hvordan reduksjonsplanene skal utarbeides og følges opp.» Jeg registrerer at departementet etter denne kraftsalven fra Riksrevisjonen omsider fikk gitt de nødvendige styringssignalene til Reindriftsstyret. Det skjedde faktisk så sent som i februar i år. Da ga departementet pålegg til Reindriftsstyret om å fatte vedtak om frister for forholdsmessig reduksjon av reintallet i samsvar med reindriftsloven § 60 tredje ledd – bedre sent enn aldri. Hadde dette påtrykket fra departementet kommet tidligere,

mill. kr. Den viderefører en tilrettelegging for de reindriftsutøverne som har reindrift som hovedvirksomhet. Årets avtale vil etter min mening gi grunnlag for en god og positiv utvikling i reindriftsnæringen. Og det er viktig. Reindriftsnæringen er på mange måter unik, og er noe som vi kan være stolte over at vi har i Norge. Samtidig er utfordringene mange og sammensatte, og de setter sitt tydelige preg på den reindriftspolitiske dagsorden. Jeg setter stor pris på at komiteen med tyngde går inn i disse og ikke etterlater noen tvil om hva som skal være retningen i det reindriftspolitiske arbeidet. Det viktigste nå er å få gjennomført reintallsreduksjonen. Som komiteen bl.a. påpeker, er det viktig at Reindriftsstyret og øvrige myndigheter holder fast ved det opplegget som er valgt. Først ved en gjennomføring av de prosesser loven foreskriver, har man et fullgodt grunnlag for å vurdere effekten av de lovbaserte virkemidlene. Reindriftsloven og reindriftsavtalen forutsettes å trekke i samme retning. I arbeidet med å legge til rette for økologisk og økonomisk bærekraft vil det være viktig å legge til rette for økt slakting og omsetning av reinkjøtt. Gjennom den framforhandlede avtalen stimuleres reineierne til økt slakteuttak gjennom ekstraordinær økning av det produksjonsrettede tilskuddet. I tillegg legges det bl.a. til rette for en oppgradering av gjerder og anlegg for uttak av slaktedyr. Partene er også enige om å videreføre Reinprogrammet. Komiteen viser i sin innstilling til det de to siste årene er slaktet betydelig mindre enn tidligere år, samtidig som markedet for reinkjøtt har vært bra. Komiteen uttrykker bekymring for prosessen med reintallsreduksjon og leveransesituasjonen i lys av dette. Dette er en bekymring det er all grunn til å dele. Men gjennom årets reindriftsavtale er det, som jeg også har redegjort for her, tatt en rekke grep for å ivareta at de praktiske og økonomiske forutsetningene for økt slakting og omsetning skal være til stede. Jeg vil imidlertid sørge for at situasjonen følges tett, helt i samsvar med det som har blitt uttrykt tidligere i debatten. Så litt om de øvrige problemstillingene som komiteen kommer inn på. En ny reinbeitekonvensjon mellom Norge og Sverige ble framforhandlet i 2009, men foreløpig er den ikke ratifisert og iverksatt. Komiteens flertall gir uttrykk for bekymring over den situasjonen som utvikler seg bl.a. i indre Troms, der svenske reineiere tar seg til rette på norsk side. Dette følges opp av norske myndigheter i henhold til gjeldende bestemmelser. Når det gjelder prosessen med konvensjonen framover, er det nå sametingene og næringsorganisasjonene i de to land som arbeider videre for å forsøke å komme til enighet om den geografiske områdefordelingen. Dette arbeidet skal være sluttført til høsten, og siktemålet er å få ratifisert og iverksatt en ny konvensjon så dette. Komiteens flertall kommer også inn på tap av tamrein grunnet rovvilt, og viser bl.a. til at tapsutviklingen spesielt har vært bekymringsfull i det sørsamiske området. Dette er det grunn til å se på med stort alvor. De sørsamiske miljøene er forholdsvis små og dermed sårbare for alle typer påvirkninger, herunder for rovdyr. Et stort rovdyrtrykk kan ramme disse miljøene på en uforholdsmessig tyngende måte. Til komiteens opplysning er sørsamisk ett av Europas minste språk i daglig bruk – apropos kulturell bærekraft. Avslutningsvis vil jeg gi uttrykk for optimisme på reindriftsnæringens vegne. Som komiteen også viser til, er det mange utøvere og distrikter som i dag driver meget godt, med produksjon av store kvanta reinkjøtt av førsteklasses kvalitet. Reindriftsnæringen har et stort potensial for økt verdiskaping og næringsutvikling basert på Når vi i de deler av Finnmark som i dag har et for høyt reintall, får et riktig beitetrykk i forhold til ressursgrunnlaget gjennom redusert reintetthet, vil også dette kunne gi grunnlag for økte inntekter. Jeg mener alle muligheter er til stede for å legge til rette for en livskraftig og framtidsrettet reindriftsnæring, hvor hensynet til naturmiljøet, dyrevelferden og ikke minst utøverne blir ivaretatt på en god måte.

man har en del konflikter der oppe ved at man merker ørene ved å skjære i dem. Det har også en del med dyrevelferd å gjøre. Man hevder også at noen tar det som ikke tilhører dem, og bruker sitt eget øremerke, som gjør at vi har konflikter der oppe. Så har vi også dette med tap av rein. Det er mye enklere å kunne finne ut ved elektronisk øremerking. Reinpolitiet sier også at det vil være lettere i deres hverdag for å få en enklere kontroll. Spørsmålet til statsråden er: Er dette noe statsråden vurderer å iverksette, sånn at vi får en bedre hverdag for reindriftsutøverne og en bedre kontroll med systemet? Svaret på det er veldig enkelt: Jeg ønsker ikke å endre dagens system. Statsråden sa i sitt tidligere innlegg at det var viktig at reindriftsnæringen ble behandlet som næring, og der er

kunne ikke ha næringsavskrivninger på snøscootere, for de kunne brukes på fritiden. Kunne det være en tanke for statsråden å jobbe for at næringen også på den siden kunne bli likestilt med annet næringsliv, sånn at man viste at man tok dem alvorlig som næringsutøvere? Det spørsmålet må jeg gå dypere inn i før jeg kan gi et eksakt svar. Men det er sånn innenfor landbruk, som er en annen del av mitt ansvarsområde, at man har avgrensninger f.eks. i forhold til firehjulinger på hvor av driften. Jeg kan ikke gi et presist svar på det, men jeg tar med meg innspillet. I innlegget mitt leste jeg opp en del av den for så vidt ramsalte kritikken som har kommet fra Riksrevisjonen når det gjelder departementets manglende retningslinjer for utarbeidelse av bruksregler i samsvar med reindriftsloven og reduksjonsplaner. Når departementet først kommer på banen, er det for å gi et pålegg til Reindriftsstyret om nødvendige tiltak for forholdsmessig reduksjon som et tvangstiltak etter reindriftsloven. Er statsråden enig i at denne sendrektigheten kan ha bidratt til å øke konfliktnivået mellom reindriftsnæringen og statlige myndigheter? Jeg mener at det som har skjedd når det gjelder det forvaltningsmessige og det lovmessige i forhold til reindriften de senere år, har vært av det gode. Men det har vært konfliktfylt, for Stortinget ga i forrige stortingsperiode nye virkemidler, som gjør at man også kan bruke mer makt hvis man ønsker å gjennomføre tiltak for å redusere reintallet. Det er den prosessen vi er inne i nå. Det som jeg som statsråd gjorde gjennom mitt departement tidligere i år, var nettopp å understreke den plikten man har etter reindriftsloven til å gjennomføre den prosessen vi nå er inne i, og som er helt nødvendig skal vi klare å få en økonomisk og økologisk mer bærekraftig næring. Jeg mener det er rett det som nå skjer. Replikkordskiftet er omme. De talerne som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. I gikk jeg igjennom hva Riksrevisjonen har kritisert, bl.a. det som gjelder reduksjon av reintallet. Jeg hadde under replikkordskiftet et oppfølgingsspørsmål til statsråden, hvor jeg bl.a. gikk inn på dette med ID-merking av rein. Det er bevist at man i dag har liten oversikt over hvem som eier hvilken rein. Man er plaget med at man jager store flokker inn i små

er vi i dag. Man kan sette rapportene etter hverandre, men ingenting skjer. Man klarer ikke å utføre den kontrollen man skal – man klarer ikke å iverksette. Jeg måtte stille statsråden spørsmålet to ganger, om det var iverksatt tiltak for å straffe dette. Han svarer: Nå skal man starte, nå skal man starte. Det samme svarte forgjengeren, Lars Peder Brekk, meg for fire år siden: Nå skal vi starte. Vi skal se på det. Nå er vi siden: Nå skal vi starte. Vi skal se på det. Nå er vi i 2013, og jeg er inne i min siste periode, men jeg tror at jeg antagelig hadde fått det samme svaret i 2018, 2019 og 2020 hvis jeg hadde sittet noen perioder til, og det ikke blir et regjeringsskifte. Det er på tide at man begynner å gjøre ting for å få orden på næringen, for å få en økologisk og bærekraftig virksomhet og forhindrer at man lager en ørken av hele Finnmark. Det er en ny regjering som kan berge Finnmark.

det som ble gjentatt fra forrige debatt, vedtok vi et nytt lovverk i forrige stortingsperiode, som la en plan og en vei for hvordan man skal klare å få til reintallsreduksjonen. Den veien og planen man hadde hatt til da, hadde ikke fungert. Man trengte et nytt lovverk, nye muligheter og nye virkemidler for å sette makt bak kravene. Nå er vi inne i den prosessen. Jeg kjenner representanten Trældal som en som følger godt med i norsk media, og jeg representanten Trældal som en som følger godt med i norsk media, og jeg vil tro at han har fått med seg de prosessene som har vært i vinter, og at de også skaper konflikter, fordi de berører enkeltpersoner og individer. Men nå skjer det noe. Dette stortingsflertallet, som denne regjeringen baserer seg på, har gitt regjeringen og så forvaltningen muligheter til å ta et helt annet grep enn vi har vært vant til tidligere. tidligere. Det vil alle tjene på, ikke minst de som ønsker å ha reindrift som en viktig del av sitt næringsgrunnlag. Jeg fikk faktisk svar på det jeg spurte om, for det statsråden sier, er

når de har landet på dette

Det er ingen

Da er det

Jeg takker statsråden for svaret. Jeg